ikke blir prisgitt helt andre hensyn, som f.eks. arbeidslivets premisser. Dette må være et grunnleggende hensyn i barnehagepolitikken. Det holder derfor ikke som flertallet innleder innstillingen med å si, at barnets beste skal tillegges vekt. Hva i all verden betyr det? Kristelig Folkeparti er glad for at vi nå endelig ser ut til å få en bred politisk enighet om et kvalitetsløft for barnehagen. Vi har vært gjennom en periode med rask utbygging. Det har vært en stor omveltning i barnehagepolitikken, men også for hverdagen til norske unger – og for hele det norske samfunnet egentlig – når vi har gått fra en situasjon der vi for 20 år siden hadde bare et lite mindretall av ettåringene i barnehage, til vi i dag har de fleste ettåringene i barnehage. Barnehagen har ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg denne utviklingen. Kristelig Folkeparti mener derfor at nå er det på tide med et løft for kvaliteten for de minste ungene særskilt. Vi ser det kommer forskningsrapporter som tyder på at stresshormonet kortisol får en kraftig vekst hos mange unger den første tiden i barnehagen, og at dette varer lenger enn man ofte har trodd. Innpassing og tilvenning i barnehagen er derfor helt sentralt. Kristelig Folkeparti mener det bør vurderes å innføre en ny praksis med rett til fri fra jobb i forbindelse med barnehagestart i to uker istedenfor tre dager, og der ungen skal møtes av én og samme person hver dag de første ukene. Vi må ta de minste ungene på alvor i barnehagen. Jeg er forundret over at Kristelig Folkeparti står alene om å løfte opp dette viktige temaet. Vi har vært gjennom en omveltning de siste tjue årene – vi vet ikke hvor vi er om tjue år. Den utviklinga fortsetter, og samfunnets tenkning, bevissthet og forståelse om dette er i stadig utvikling. Det skal vi ha ydmykhet overfor, og derfor skal vi legge opp til en valgfrihet for småbarnsfamiliene, der de kan velge mellom ulike alternativ. Det er fortsatt mange foreldre som synes det er for tidlig å sende ettåringene i barnehagen. Vi står foran et kvalitetsløft. Men da er det viktig å definere: Hva er kvalitet? Innholdet i barnehagen skal ikke være at barnehagen først og fremst er en del av utdanningsløpet. Det skal heller først og fremst være at det forebygger problem senere i livet. Hovedfokuset i barnehagen skal være barndommens egenverdi med fokus på omsorg, lek, danning og utvikling. Jeg vil bemerke at det har vært en positiv endring i fokus siden forrige melding om barnehagen. Det vil jeg gi statsråden honnør for. Små unger trenger voksne – hele tiden. Bemanningsnorm er det viktigste tiltaket for å heve kvaliteten framover. Det er fint å høre representanten Stokkan-Grande si at man forutsetter at kommunen begynner med en gang å trappe opp bemanningen i tråd med denne bemanningsnormen. Men det er ikke veldig attraktivt å lyse ut en stilling der teksten i stillingsannonsen lyder som følger: «Tiltredelse 2020». «Snart» er veldig lenge i den rød-grønne barnehagepolitikken. Så vil jeg understreke betydningen av at vi ikke bare får en bemanningsnorm, men at den får en betydning i hverdagen, også når de ansatte Sykefravær må ikke være en unnskyldning for å unngå en bemanningsnorm. Så vil jeg si at et kvalitetsløft må innebære økt bemanning, mer fokus på de minste, flere pedagoger, færre dispensasjoner og flere opptak for å sikre bedre valgfrihet og fleksibilitet for

sannsynligvis vil bety en fjerning av fedrekvoten – altså mindre mulighet til å være hjemme med barn. Det vil kunne bety dyrere barnehageplass, og at det vil framstå som mindre attraktivt for mange å ha barn i barnehage. Det vil bli økt bruk av midlertidige stillinger, kanskje over tid, som vil legge ytterligere press på familien, og økt bruk av privatisering, noe som legger et større kommersielt press på familien. Spørsmålet er: Vil Håbrekke og Kristelig Folkeparti kjempe mot en sånn samfunnsutvikling, eller vil man sette seg i førersetet med tanke på denne type samfunnsutvikling? Når vi vet at man lover skattekutt i milliardklassen: Tror representanten Håbrekke at det vil bli rom for alle de flotte løftene som Kristelig Folkeparti har? Jeg kan ikke si at jeg er helt overrasket at spørsmålet kom på denne måten, men det ligger jo relativt langt utenfor den men det ligger jo relativt langt utenfor den saken vi behandler her. Jeg vil allikevel si at når det gjelder f.eks. pappapermisjonen, er det sånn at Kristelig Folkeparti forsvarer en fedrekvote. Vi tror at det sikrer valgfrihet, og det sikrer familiene bedre rammevilkår. Det er jo sånn at de rød-grønne vil bruke fedrekvoten til å detaljstyre familienes hverdag på en måte som vi ikke kan stå inne for. Tilsvarende er det sånn i barnehagepolitikken at vi vil ha økt bemanning og økt satsing på barnehagene, men de rød-grønne vil jo vente med det viktigste tiltaket til ut i neste periode. Hadde vi samarbeidet den veien – hvilket vi ikke er invitert til – hadde vi heller ikke fått støtte for å styrke bemanningen i barnehagen i neste periode. Folkeparti står trygt plassert … Taletiden er omme. Kristelig Folkeparti uttaler ofte – og det gjorde også representanten Håbrekke i sitt innlegg nå – at det er viktig med fleksibilitet for familiene. Fleksibilitet, eller valgfrihet, blir bl.a. brukt som et argument for kontantstøtte. Men Kristelig Folkeparti ønsker ikke barnehager med fleksible åpningstider og fremmer i dag også forslag om en regulering av maksimal oppholdstid for barna på 47,5 timer per uke. Nå er det kun 1,2 pst. av barna som oppholder seg mer enn 47 timer i uken i barnehagen, så forslaget som er fremmet her, vil ikke forslag om en regulering av maksimal oppholdstid for barna på 47,5 timer per uke. Nå er det kun 1,2 pst. av barna som oppholder seg mer enn 47 timer i uken i barnehagen, så forslaget som er fremmet her, vil ikke føre til store konsekvenser. Hvordan ønsker Kristelig Folkeparti å legge til rette for fleksibilitet for de foreldrene som jobber skift- og turnusarbeid, som har lang reisevei, aleneforeldre, osv.? Jeg er veldig glad for at jeg får det spørsmålet – det var en av de tingene jeg ikke Det må bety økt fokus på de minste ungene, styrket bemanning, flere pedagoger og flere opptak for å sikre valgfriheten. Jeg er veldig spørrende til at flertallet i innstillingen og flertallet i salen her er så positive til å legge til rette for lengre åpningstider og kveldsåpne barnehager i et sånt bilde. Hvordan i all verden er det rom for milliarder i bevilgninger, som det da vil være som det da vil være behov for for å få til en sånn reform, hvis man i tillegg skal styrke bemanningen og styrke pedagogandelen i barnehagene – og flere opptak? Det er rett og slett ikke rom for det. Hvis man da strekker ut åpningstiden utover kveldene, vil det føre til redusert kvalitet – man strekker bemanningen. En maksimaltid må ta hensyn til hverdagen til familiene , og man vil ikke vil ikke kunne kompensere for det. Presidenten ber om at talerne holder seg innenfor den reglementsmessige taletiden. Kristelig Folkeparti er opptatt av en bemanningsnorm, og det er vel og bra. De vil gå lenger enn noen andre og ønsker å ha én voksen per to barn under tre år og fem barn over tre år. Det er mye, og det er veldig bra, men det må utdannes svært mange for å få nok kompetanse for en bemanningsnorm på tre barn under tre år per voksen og seks barn over tre år. Spørsmålet er: Hvordan har Kristelig Folkeparti tenkt å klare å finne nok kvalifisert bemanning til barnehagene med et slikt krav? Et spørsmål til – for Kristelig Folkeparti har heller ikke tenkt at styrer skal regnes med i grunnbemanningen, og i mange små barnehager er det sånn at man trenger ikke styrer i 100 pst. stilling: Hvordan har man tenkt at små barnehager rundt omkring i landet skal klare å oppfylle den bemanningsnormen man

forslaget. Det har vi gjort helt bevisst, for vi ser at vi er ennå ikke er ferdig med diskusjonen om hva som er god nok kvalitet for unger i barnehagen. Vi har altfor lite forskning på det – jeg gir honnør til regjeringen for at man legger opp til å satse mer på det. Nå har vi et forslag om én voksen per tre barn, for de minste ungene. Det er fortsatt usikkerhet, vil jeg si, om det er nok, men det vet vi kanskje mer om om fem eller ti år. Derfor har vi bevisst valgt å henvise til det. Dette er en diskusjon vi fortsatt må ha. I framtiden får vi kanskje kunnskap som tilsier at vi må gå enda lenger. Replikkordskiftet er omme. Det er nesten 300 000 barn som går i barnehage hver dag. Det er utrolig mange unger. Jeg vil begynne å gi litt ros til

der man også bekjemper alle de problemene som kan komme de første årene i et menneskets liv. Man må ha gode fagfolk og nok voksne til å se disse utfordringene og ta ungene på alvor, kunne gripe inn tidlig nok, og å kunne alle de små, fikse metodene – som man

vedtatt her i Stortinget, om en forpliktende opptrappingsplan for å nå målsettingen om at 50 pst. av de ansatte skal ha relevant pedagogisk utdannelse. Det tror jeg at man bør ha en politisk dugnad på. Det bør ikke være et regjeringsdokument, men det bør være noe som vi alle sammen er enige om, og at alle ideer blir lagt på bordet. Vi vil ha et eget kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagesektoren, sånn som vi

det som Oslo nå har gjort, og som Venstre er veldig for, egentlig burde ha vært malen for resten av landet også. Hvis vi skal klare å bygge opp den kompetansen rundt omkring i hele landet, er det fint å sette seg et mål for 2020, men jeg tror at hver enkelt kommune bør ha en plan for hvordan man skal nå 2020. Det mener jeg man hadde gjort best ved at alle kommuner hadde begynt å lage sine kommunale mål

utjevning. Vi ser at mange plasser velger man ikke å ha en differensiert foreldrebetaling. Innføring av maksprisordninger har ført til at færre har en differensiert foreldrebetaling. Jeg tror at differensiering av foreldrebetaling er veldig viktig for å slippe inn i barnehagen de familiene som aller mest trenger det. Det gjør en ikke bare ved hjelp av kjernetid, en gjør det også ved å gjøre barnehagen veldig billig for dem som har dårlig råd. har alt lagt inn dette i våre budsjetter, men vi legger også fram et verbalforslag her i dag, forslag nr. 14 – som jeg hadde håpet skulle få tilslutning, i hvert fall skulle vi ha fått tilslutning ut fra dagens oppslag i Dagbladet – for å få det inn som en del av barnehagepolitikken også. Så har vi lagt inn et forslag om studentbarnehager, som vi mener har sakket akterut, og ett om mer fleksible

Vi har innført rett til plass, og de offentlige bevilgningene til barnehager har reelt økt med over 20 mrd. kr. Det er nå 32 800 flere ansatte i barnehagene enn for ti år siden. Ingenting av dette hadde vært mulig hvis ikke det hadde vært et omfattende samarbeid mellom staten, kommunene og de private, og jeg er stolt av det vi har fått til i fellesskap de senere årene. Mange er historiene om dem som bekymret seg for om en dagmamma som de ikke kjente helt, egentlig var en god dagmamma. Det har vært veldig varierende kvalitet på det tilbudet de som ikke fikk en barnehageplass, fikk – også i barnehagesektoren, f.eks. innenfor familiebarnehagene. Barnehagen er det velferdsgodet som har bidratt mest til at vi har et velutviklet næringsliv og høy sysselsetting i Norge, og til at vi klarer å kombinere å ha høye fødselstall, samtidig som vi har mange kvinner som er yrkesaktive. Barnehagene er et slags kinderegg: Det er godt for næringslivet, det er godt for yrkesdeltakelse, og – det viktigste med barnehagene – det skal være et godt sted for barn å være. være. I Norge har vi en veldig verdifull barnehagetradisjon som jeg er veldig opptatt av at vi skal bevare, og jeg er veldig glad for at komiteen samlet står bak det at vi har noen kvaliteter ved vår måte å drive barnehage på som vi skal ta utgangspunkt i, og forsterke. Det viktigste ved det er at barnehagen tar utgangspunkt i at barndom har en verdi i seg selv. Barndom er ikke bare et stoppunkt mens du venter på å bli voksen.

gjennom ti år. Vi har ca. 30 pst. pedagoger i barnehagene – det hadde vi for ti år siden, det har vi nå. Det diskusjonen nå dreier seg om, er hvordan vi skal klare å løfte kvaliteten i barnehagetilbudet videre oppover. Til hjelp i dette arbeidet har vi hatt mange offentlige utredninger som har vært innom barnehageområdet, men den viktigste har vært som heter Til barnas beste. Utvalget har gjort en veldig bra jobb som har vært veldig viktig drahjelp for de nye tiltakene vi nå foreslår. Vi har mange utfordringer, men et godt utgangspunkt. Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre. La meg ta noen av de tingene som vi først og fremst foreslår: Hovedgrepet for å sikre kvaliteten framover er å varsle lovfesting av en bemanningsnorm som skal virke senest innen 2020. Det er viktig, fordi det begynte å gå rykter, og jeg fikk mange henvendelser fra fortvilte foreldre som sa at nå strammer de inn på bemanningen i vår barnehage. Hvordan skal vi klare å stoppe det? Ved å si tydelig fra at vi skal vi ha en lovfestet norm fra 2020 som skal innfris av alle kommuner og alle private barnehager innen 2020, satte vi proppen i det badekaret. Det er utrolig viktig, fordi bemanningen i barnehagen er et utgangspunkt for å sikre god kvalitet. Vi har høy bemanning i norske barnehager – det er det vi tar vare på, og så skal vi trappe videre opp. Vi har i snitt tre i snitt tre og et halvt barn – vi kan jo ikke snakke om halve barn, men i snitt kan vi det – under tre år per voksen i barnehagen og fem og et halvt barn mellom tre og seks år per voksen i barnehagen, og det er et godt utgangspunkt for å gå videre. I tillegg har vi mangedoblet innsatsen når det gjelder å heve kompetansen. Vi kommer tilbake med et eget løft for kompetanse i barnehagene, for den den viktigste ressursen i barnehagene er ikke bare hvor mange som jobber der, men også hva slags kompetanse de har. Utover det foreslår vi mange andre innstramminger i loven. Det blir replikkordskifte. Det
spørsmål jeg kunne stilt til statsråden, men jeg kommer ikke unna å stille et spørsmål om finansiering. I to og et halvt år har rammefinansieringen virket, og vi hørte representanten fra Senterpartiet innrømme at det ikke har fungert godt nok, og at departementet må følge opp og påse at det kommer på plass. Mange private barnehager har de siste to og et halvt årene fått det verre. Veldig mange av de private barnehagene er små. De har ikke anledning til å måtte vente på at kommunene skal regne ferdig og få kontroll på dette, og mange kommuner vet faktisk ikke heller hvordan de skal regne ut dette. Mitt spørsmål til statsråden blir så enkelt som dette: Hvor lenge vil statsråden sitte i ro og se på at kommunene ikke følger opp med riktig finansiering til de private barnehagene? Jeg kan forsikre representanten Horne om at jeg aldri er i ro, og dette problemet har jeg allerede tatt tak i. Før sommeren kommer Utdanningsdirektoratet til å få i oppdrag å komme med forslag til hvordan vi kan få dette bedre til. Gjennom barnehagereformen har det hele veien ligget som et premiss at i det øyeblikket vi har full dekning, skal kommunene ha ansvar for barnehager på samme måte som de har ansvar for skole og eldreomsorg, og man skal erstatte øremerkingen med et tilskudd til rammene. Regjeringen Bondevik varslet at det skulle komme i 2007, 2007, vi innførte det fra 2011. Vi utsatte det, nettopp fordi vi skulle ha en bedre trygghet for at vi skulle lykkes. Men vi er ikke fornøyd med hvordan det fungerer – først og fremst fordi det er veldig uforutsigbart for de private barnehagene hvordan man skal drive i løpet av et år. Jeg har hatt god dialog med Private Barnehagers Landsforbund om dette spørsmålet. De har kommet med mye informasjon til meg. Vi har samarbeidet med Kommunenes Sentralforbund for å få dette på plass, for forutsigbarhet er viktig. Det har den siste tiden vært mange utredninger og utvalg. Det har vært gjort en grundig jobb for å få et godt grunnlag som vi politikere kan ta utgangspunkt i – for å heve kvaliteten i barnehagene. Jeg tror at Kristin Halvorsen har jobbet som bare det for å være mer konkret og ambisiøs, og så er det kanskje noen andre i regjeringen som har bremset opp litt. Det tror jeg det er ganske mange som skjønner. Det vi er skuffet over, er at også på dette området så tynt i denne meldingen – om ledelse, om styrerens rolle, om kompetanseløft. Når man sier – etter åtte år i regjering og når alle tiltakene fra sektoren ligger på bordet – at man skal komme tilbake med et kompetanseløft, er statsråden stolt av det?

lovfestes, betyr at vi har hørt på andre enn på Ødegaard, nemlig hvor viktig det er med mange … Taletiden er ute. Presidenten vet ikke om det er pensum i barnehagen å kunne klokken, men representanter og statsråder bør iallfall kunne forholde seg til den taletiden som er tildelt. Det er

men også på regelverket her. Jeg vil allikevel rette oppmerksomheten mot et tema som så langt i debatten knapt nok er berørt, men som Kristelig Folkeparti er opptatt av, nemlig de åpne barnehagene. Det er veldig godt å se at det er en samlet komité som understreker at åpne barnehager må «anerkjennes som del av det norske barnehagetilbudet», og at de må sikres «drivverdige rammevilkår». Hvordan vil statsråden følge opp de åpne barnehagene og sikre drivverdige rammevilkår? Mange av dem opplever stor usikkerhet omkring finansieringen. De åpne barnehagene er et sted – et tilbud – der foreldre og barn sammen kan være i felleskap med andre barn. Det er ikke et barnehagetilbud i den forstand som vi diskuterer gjennom barnehageloven, med krav til

det er ikke rimelig å regulere de åpne barnehagene på samme måten som vi regulerer det ordinære barnehagetilbudet.

jeg har lyst til å spørre statsråden om, men egentlig burde vi hyllet hverandre. Venstre var veldig uenig da Høyre og Fremskrittsparti-byrådet i Oslo sa opp bemanningsnormen, og er veldig glad for at SV er med på laget når vi nå skal innføre den igjen. Jeg kunne ha spurt statsråden om hvorfor hun ikke pålegger alle men jeg tenkte egentlig jeg skulle spørre om noe annet. Maksprisen hadde sin klare funksjon: å gjøre barnehager billigere. Nå er den i ferd med å hindre at mange kommuner gjør barnehagene billigere for dem med dårligst råd. Jeg tror det er et veldig viktig fattigdomstiltak å sørge for at det blir billigere for familier med dårlig råd å sende barna i barnehage. Det er bra for barna, det er bra for familiene, og det er bra for familieøkonomien. Spørsmålet er: Hvorfor vil ikke statsråden lene seg mot de virkemidlene som gjør at vi får mer bruk av inntektsdifferensiering i barnehagene rundt omkring i landet? Først en liten kommentar til bemanningsnormen i Oslo. Venstre sitter jo i byrådet i Oslo sammen med Høyre og Fremskrittspartiet og … Nei, vi gjør ikke det. … støtter byrådet i Oslo og

Det er ikke maksprisen som hindrer kommunene i å sørge for at de har gode og rimelige barnehager for dem som har dårlig råd. Det har kommunene plikt til å ha. Vi skal sørge for at kommunene får klarere beskjed om hva som skal til for å innfri det kravet, både når det gjelder søskenmoderasjon, og når det gjelder lavere pris for familier som har dårlig råd. Åpenbar misforståelse! Representanten Trine Skei Grande – til ny replikk.

lange

Odelsretten blir innskrenket fra å være en slektsrett til en rett for kjernefamilien. I tillegg foreslås det forenkling for odelsfrigjøring, som vil gjøre det lettere for bønder å kjøpe tilleggsjord. Det blir en stor forenkling i lovverket, og de rød-grønne legger på denne måten til rette for mer kjøp og salg av eiendom. Jeg vil også påpeke at det i odelskretsen som gjenstår etter de foreslåtte endringene i odelsloven, som hovedregel vil ha vokst opp på eiendommen og ha en nær tilknytning til eiendommen. Mange av dem har forberedt seg på overtakelse, bl.a. gjennom valg av utdanning. Dette er forhold som bidrar til å sikre stabil drift av landbrukseiendommer. Vi tror disse tiltakene over tid vil gi større omsetning av landbrukseiendommer. I tillegg håper vi endringene kan gi færre konflikter. Det er viktig at de nærmeste kan ha en odelsrett, samt at de med mer fjern forbindelse ikke skal kunne gå

Det er i dag over 40 pst. av jorda som blir leid ut, og regjeringens mål med forslagene til endringer i odelslov og jordlov samlet kan dempe veksten i leiejordomfanget. Forhåpentligvis gir endringene på sikt større samsvar mellom driver og eier av jorda. Regjeringens modernisering av delingsreglene i jordloven har som mål nettopp å gjøre det lettere for bønder å kjøpe jorda de leier, som tilleggsjord. I tillegg skal det bli lettere å dele fra kårbolig og romslige noe som gjør at flere kan leve det gode liv på landet. Dette er en viktig endring og modernisering av jordloven. Delingsforbudet kom i en tid da man splittet eiendommer opp. Nå er det en tid da man slår eiendommer sammen. Da må vi legge til rette for det, i tråd med det som landbruksmeldingen tok til orde for. Dagens lovverk fungerer slik at odelsretten i enkelte tilfeller kan hindre salg av landbrukseiendom og således gjøre det vanskelig å få nye krefter inn i næringen, samt at odelsretten kan hindre ønskelige rasjonaliseringer i landbruket, og på den måten bidra til å holde oppe et landbruk basert på leiejord. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha et sterkt jordvern for å sikre areal til videre matproduksjon. Dette er viktig for å kunne oppfylle intensjonen i

Jordvern er en av de viktigste sakene for framtidige generasjoner. Matjord er en knapp ressurs som trenger et sterkt lovvern for å bevares. Dagens forslag til lovendring er et viktig tiltak i så måte. Når det gjelder endringene i jordloven, støtter Senterpartiet regjeringens forslag som legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse, som i større grad åpner opp for skjønnsmessige avveininger ut fra lokale behov. mener det fortsatt er behov for en delingsregel for å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Det forslås å endre gjeldende regel, slik at samtykke til deling kan tillates dersom det ikke går ut over de interessene delingsregelen skal verne. Senterpartiet er også tilfreds med at lovforslaget åpner for at det blir lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger der bosettingshensynet er viktig. Forslaget til endringer bygger på at delingsregelen skal tjene landbruksinteressene. Delingsregelen som utgangspunkt skal ikke legge til rette for f.eks. etablering av idrettsanlegg, industri eller andre tiltak som ikke kan regnes som landbruksvirksomhet. I slike tilfeller mener Senterpartiet at arealbruksendringen må skje gjennom planbehandling etter plan- og

Videre blir det foreslått å oppheve lovens § 31, slik at retten til å søke odelsfrigjøring ved erverv av tilleggsareal til landbrukseiendom faller bort. Som en konsekvens av at § 31 blir foreslått opphevet, foreslår departementet også en endring av lovens § 16, slik at denne paragrafen ikke lenger har noen henvisning til odelsfrigjøring. Departementet foreslår ikke endring eller oppheving av lovens § 30. dermed videreført. Odelsrett til eiendom er et av eldste rettsprinsippene i norsk lovgivning. Odelsretten har historiske røtter helt tilbake til vikingtiden. Da Norge fikk grunnloven sin i 1814, ble odelsretten også eksplisitt nevnt i Grunnloven § 107. Her blir odelsretten gitt et eget vern, og det er derfor nødvendig med en grunnlovsendring etter fastlagte prosedyrer før odelsloven eventuelt kan oppheves. En slik beskyttelse er ikke satt for noen andre rettigheter knyttet til fast eiendom. Dermed er det også klart at endringer i odelsloven må underkastes en nøye juridisk vurdering for å hindre at endringene kommer i konflikt med Grunnloven § 107.

Komiteen viser til at en endring av odelsloven må ligge innenfor det som er lovlig etter Grunnloven § 107, og mener at de foreslåtte endringene er i tråd med dette. En samlet komité støtter derfor vurderingene som er gjort av departementet med hensyn til Grunnloven i denne saken. Mindretallet i komiteen, representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser også til den juridiske betenkningen som er gjennomført av professor Thor Falkanger, på oppdrag av Norges Bondelag,

I og med at odelskretsen nå blir innskrenket til etterkommere av odleren i rett nedadstigende linje, mener flertallet det er grunn til å anta at avslagsprosenten i saker om odelsfrigjøring vil øke. Selv om den foreslåtte endringen av jordloven § 12 vil kunne føre til en økning av tallet på saker om odelsfrigjøring, mener flertallet likevel det er liten grunn til å tro at opphevingen av odelsfrigjøringsregelen vil redusere effekten av den Sett i lys av det lave tallet på odelsfrigjøringssaker – og at disse sakene er svært ressurskrevende – mener flertallet derfor at § 31 i odelsloven bør oppheves. Mindretallet, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, er ikke enige i denne vurderingen. Vi mener tvert imot at den foreslåtte endringen av jordloven § 12 kan medføre en økning i tallet på odelsfrigjøringssaker, og at et bortfall av muligheten for odelsfrigjøring da kan hindre den ønskede effekten av endringene i Jeg viser her til side 2 i innstillingen, der det heter: «Departementet meiner at odelsretten òg kan ha visse uheldige sider. Odelsretten kan føre til at personar utan tilknyting til eigedomen og drifta overtek eigedomen på odel. Dette kan få konsekvensar for ei god landbruksmessig utnytting av eigedomen. Odelsretten kan òg hindre at eigedomar kjem ut på sal. På den måten kan odelsretten gjere det vanskeleg å få friske krefter inn i næringa, eller for ein nabo å få kjøpt tilleggsjord.» Når departementet etter denne uttrykte bekymringen likevel foreslår å oppheve retten til å søke odelsfrigjøring ved kjøp av tilleggsjord til landbruksformål, mener vi at selvmotsigelsen er åpenbar. På det grunnlag vil Kristelig Folkeparti, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, ikke støtte forslaget

for å få inn en ønsket dynamikk i omsetning og drift av landbrukseiendommer. Når det så gjelder endringen i jordloven konkret, legges det opp til en enklere vurdering av delingssøknader. Behovet for det er særlig til stede ved fradeling av areal som skal brukes som tilleggsjord, og fradeling av tomter med eller uten bygningsmasse som skal brukes til bostedsformål. Det blir en mer fleksibel delingsbestemmelse som gir økt kommunalt handlingsrom. Personlig ser jeg det som tiltak som stimulerer til optimalisering av produksjonsmulighetene i landbruket, og et viktig tiltak som stimulans for bosetting i strøk der spredt bosetting er ønskelig. Jeg er glad for at det er et bredt flertall som støtter regjeringens forslag, som legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse,

innsnevringen av odelskretsen. Det har vært en lang diskusjon. I Arbeiderpartiet er det mange som mener at odelsloven faktisk har utspilt sin rolle. Historisk har vi sett at odelsloven kan ha uheldige konsekvenser. Men jeg er tilfreds med at regjeringen følger opp landbruksmeldingen og fremmer denne proposisjonen om lovendring som innebærer innsnevring av odelskretsen. Det er en veldig god retning i det og et positivt signal utad om større muligheter for mer fornyelse innenfor landbruket. Så om oppheving av § 31 om odelsfrigjøring: Jeg må si at jeg i utgangspunktet var negativ til å fjerne denne lovhjemmelen, men vi er kommet til at det er rasjonelle grunner for det. Dette er en ordning som er svært lite og en omstendelig prosess som også krever mye ressurser. Så jeg kjøper regjeringens argument om at kostnaden ved ordningen ikke står i forhold til nytteverdien. I tillegg reduserer de endringene vi nå gjør både i jordloven og odelsloven, behovet for odelsfrigjøring. Alt i alt har vi to lovendringsproposisjoner som bidrar positivt

landbruket. Fremskrittspartiet vil stemme imot endringen i odelsloven fordi det eneste rette faktisk er å oppheve hele loven. Jeg vil også vise til Fremskrittspartiets forslag om opphevelse av Grunnloven § 107, slik at det blir mulig å oppheve odels- og åsetesretten. I den tid som er gått siden den grunnlovsbestemmelsen ble vedtatt, er samfunnsforholdene blitt betydelig endret, noe som også gjør det påkrevd at bestemmelsen Situasjonen i norsk landbruk er også betydelig endret. Landbruket står i dag overfor svært store omstillinger, og kravene til effektivitet og rasjonalisering vil være styrende for hvordan utviklingen i landbruket skal være i årene som kommer. Dersom man skal få den ønskede utvikling i landbruket, må alle lover og forskrifter som hindrer en riktig utvikling av landbruket, oppheves. Myndighetenes viktigste bidrag til en framtidsrettet utvikling i landbruket er å bidra til av landbrukssektoren og forenkling av det regelverk som setter rammene for næringen. I tillegg er det også helt avgjørende at det skjer en effektivisering i bruksstrukturen. Den tekniske utviklingen i landbruket har ført til at dagens bruksstruktur, som er tilpasset en annen tid, ikke er rasjonell og ikke er tilstrekkelig lønnsom, slik at det blir få av aktørene i næringen som har eiendommer med tilstrekkelig lønnsomhet for å skape en betydelig hindring for å sikre trygge arbeidsplasser i landbruksnæringen. Derfor mener vi i Fremskrittspartiet at det er unaturlig at vi i dagens samfunn skal ha et regelverk som gir enkeltpersoner en fortrinnsrett til å overta en eiendom på grunn av slektskap. Videre er det heller ikke hensiktsmessig at eieren av en eiendom ikke har friheten til å kunne selge eiendommen til hvem han måtte ønske, eller at faglige kvalifikasjoner ikke skal være avgjørende for hvem som skal overta eiendommen. Odelsinstituttet gjør det svært vanskelig for nykommere å etablere seg i landbruksnæringen selv med de nødvendige faglige kvalifikasjoner, interesse for faget og næringen og kapital til å kjøpe en eiendom. Med dagens odelslovgivning er det nærmest praktisk umulig å få kjøpt en landbrukseiendom i det frie markedet. I det regjeringsoppnevnte Odelslovutvalget var det et mindretall som gikk inn for opphevelse av odelsloven. I en innstilling til Landbruksdepartementet uttalte Statens landbruksforvaltning følgende: «På bakgrunn av de erfaringer SLF har med odelsretten og dennes betydning for utnyttingen av landbruksressursene, mener vi at en god del argumenter taler for å oppheve instituttet. Tilsvarende tilsier vår erfaring at det ikke eksisterer noen argumenter for å beholde odelsretten som er så tungtveiende at det er formålstjenlig å videreføre SLF anbefaler derfor at odelsretten avskaffes.» Etter forslagsstillernes oppfatning er dette en rimelig klar anbefaling fra en av de viktigste faginstansene innen norsk landbruk. Statens landbruksforvaltning vektlegger i sin høringsuttalelse i hovedsak de samme synspunktene som Fremskrittspartiet gjør i dag. Aldri tidligere har det vært så mange landbrukseiendommer som det er nå. Aldri før har det vært så få selvstendig næringsdrivende innenfor matproduksjon som nå. Aldri før har det vært et så lavt antall dekar som det produseres mat på, som nå. Og aldri har det vært så mange ubebodde gårdseiendommer. Samtidig er det nærmere 500 000 mennesker i Norge som kan tenke seg å overta et gårdsbruk – stort eller lite. Vi må gjøre en del grep for at det norske landbruket skal overleve og utvikle seg positivt framover. En av de mange ting som må og kan gjøres, er å oppheve delingsforbudet i jordloven. Det må være opp til den enkelte eier om en avtale, mener Fremskrittspartiet at det selvsagt er til alles beste. Jorda blir solgt til en ny bruker som på den måten kan styrke sin eiendom og sin produksjonskapasitet og dermed kan få en bedre økonomisk mulighet til å fortsette som selvstendig næringsdrivende innenfor matproduksjon.

Høyre mener det er positivt at regjeringen nå har innsett at den eiendomspolitikk som har vært ført av regjeringen Stoltenberg, har vært uheldig både for norske bønder og for norske bygder. Med de endringer som nå er foreslått i odelsloven og jordloven, har regjeringen tatt et lite skritt i riktig retning. Det må likevel være lov å minne om at regjeringen har avstått fra å støtte forslag om liberaliseringer ved en rekke anledninger her i Stortinget. Når det nå er lagt frem forslag til endringer i odelsloven og jordloven, skjer dette altså på tampen av regjeringens andre stortingsperiode, og etter åtte år der flertallsregjeringen har blokkert for forslag som ville gitt de positive virkninger som regjeringen selv skisserer. En liberalisering av jordlovens delingsbestemmelse vil legge til rette for økt bosetting i distriktene, og det vil gjøre det enklere å dele fra areal til tilleggsjord der deler av eiendommen blir solgt. Dette er positivt for dem som trenger tilleggsjord, men som i dag er henvist til å leie jord. Det er med undring vi kan observere hvor lite ansvar den sittende regjering tar for den politikken den selv har ført. Når det i regjeringens proposisjon til Stortinget om endringer i jordloven uttales at praksis har festet seg i så stor grad at det er vanskelig å oppnå burde regjeringen etter Høyres syn også fortelle resten av historien – historien om hvordan det, etter at den rød-grønne regjeringen tiltrådte, ble strammet inn på praksis, og hvordan det i desember 2006 ble sendt et brev til kommuner og fylkesmenn der budskapet var motsatt av det regjeringen nå ønsker. Høyre vil støtte regjeringens men vi er av den oppfatning at regjeringens forslag ikke går langt nok. Det er et åpent spørsmål hvor liberaliserende den nye lovendringen faktisk er. Dette vil avhenge av hvordan mandatet til kontrollinstansen er, fordi bestemmelsene er skjønnsmessige. Proposisjonen fra regjeringen gir ikke noe godt svar på hvilken betydning det vil få for de statlige landbruksmyndighetenes mandat som kontroll- og overprøvingsinstans at det gås fra lovbundne vurderinger til mer åpne forvaltningsskjønn. På dette punktet burde saken vært bedre forberedt fra regjeringens side. Det vil være av stor betydning at overordnet instans er tilbakeholden med å overprøve det kommunale skjønnet. Slik Høyre ser det, er gartnerinæringen en integrert og viktig del av norsk landbruk. Vi mener et skille mellom veksthus og driftsbygninger som fjøs og når det gjelder krav til omdisponering, er kunstig, og vi mener derfor det bør sikres en likebehandling ved oppføring av veksthus og øvrige driftsbygninger i landbruket når det gjelder fritak for omdisponering etter jordloven § 9. Høyre støtter forslaget om modernisering av odelsloven, noe Høyre i en årrekke har foreslått. Forslaget om å innskrenke odelskretsen ligger nær odelsinstituttets kjerne. I en betenkning fra professor Thor Falkanger fremheves betydningen av at Stortinget har vurdert denne endringen i forhold til Grunnloven § 107. Slik Høyre ser det, har tiden og utviklingen i landbruket gjort det nødvendig å modernisere odelsloven. Denne endringen i odelsretten som nå vedtas, er viktig fordi den legger til rette for at nye krefter kan komme inn i næringen, og den kan forhindre at odelsretten blir til hinder for ønskelige rasjonaliseringer og strukturendringer for å sikre et fremtidig bærekraftig landbruk. Når det gjelder forslaget om å oppheve odelsloven § 31, som gir hjemmel til såkalt odelsfrigjøring, så er dette noe Høyre ikke kan støtte. Bakgrunnen for dette er at flere høringsinstanser har påpekt at man ved å ta bort muligheten til odelsfrigjøring vil hindre effekten av endringen Regelen om odelsfrigjøring innebærer at departementet etter søknad kan vedta at odelsrettsinnehaverne for en landbrukseiendom mister odelsretten sin i tilfeller der det ikke er tvil om at hensynet til odelsrettsinnehaverne må vike for å sikre en driftsmessig eller samfunnsmessig bedre løsning. I den grad den foreslåtte endringen i jordlovens delingsbestemmelse vil medføre et økt antall søknader om odelsfrigjøring, kan et bortfall av muligheten til odelsfrigjøring hindre den ønskede effekten av liberaliseringen i delingsbestemmelsen. Som en følge av dette vil Høyre heller ikke støtte forslaget til endring i § 16. I stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken er det lagt opp til at vi skal auke matproduksjonen her i landet. SV er oppteken av å styrke jordvernet for å sikre matproduksjonen. Vi må unngå at dyrka mark blir bygd ned, men vi må også unngå at dyrka mark går ut av produksjon. Vi må leggje til rette for at matjorda blir halden i god hevd. Sak nr. 10 som vi behandlar i dag, gjeld endringar i § 12 i jordlova som gjeld deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk. Formålet er å gjere det lettare å dele frå jord til bustadformål og til tilleggsjord. Forslaga har som mål å leggje til rette for busetjing i distrikta, og for harmonisering av eigedomsstruktur og bruksstruktur. Delingsforbodet i jordlova er eit viktig verktøy for å sikre at landbruksareal held fram som landbruksareal. Dei endringane som blir foreslåtte, vil gjere lova til eit meir tenleg verktøy for å oppnå nettopp dette. Leigejord på landsbasis aukar. Det er no 42 pst. av det dyrka arealet. Dette kan skape usikre forhold for drifta. Omsetjing av tilleggsjord kan avgrense denne utviklinga, og kanskje snu den sånn at vi får mindre leigejord, og at dei som er aktive bønder, også har eigedomsretten over landbruksarealet. Regjeringa legg med denne lovendringa opp til at kommunane kan bruke skjøn i saker om frådeling. Det skal leggjast vekt på omsynet til arealressursane, god driftsmessig løysing og drifts- og miljømessige forhold. Noreg er eit land med svært variert topografi og busetjingsmønster. Derfor kan skjøn vere den beste måten for å oppnå målsetjingane om å ta vare på produktiv jord og busetjing i distrikta. Det er ikkje alltid formelle spelereglar som er like over heile landet, som er den beste måten å oppnå dei intensjonane som Det er grunn til å merke seg at denne saka gjeld frådeling og ikkje løyve til omdisponering. Dersom formålet med delinga krev omdisponering av dyrka jord, må det vere gjeve samtykke til omdisponering etter § 9 i jordlova. Dette er viktig for jordvernet. SV ser lovutkastet som eit balansert forslag som tar vare på jordvernet på ein god måte. Odelslova har vore ein viktig hjørnestein i utviklinga av norsk landbruk. Den er ein slektsrett som sikrar at etterkommarane til odlaren i ei gjeven rekkefølge skal ha fortrinnsrett til eigedomen. Etter odelsretten kan ein med odelsrett krevje odelsløysing dersom eigedomen blir seld ut av slekta. Saka vi behandlar i dag, gjeld innskrenking av odelskretsen. Forslaget inneber at berre barn til eigar med odelsrett, samt barnebarn av siste eigar med odelsrett, skal ha odelsrett. I enkelte tilfelle kan odelsretten hindre sal av eigedom, og hindre at nye krefter kjem inn i næringa. Personar utan tilknyting til eigedomen og drifta kan overta. Det kan få konsekvensar for landbruksmessig utnytting av eigedomen. Formålet med den endringa som vi behandlar her i dag, er å gjere det lettare for interesserte å ta over og drive eigedom. Samtidig vil vi vidareføre dei positive sidene ved odelsretten. Den sikrar drifta av eigedomen og vidareføring av tradisjon og kompetanse. Saka har vore på omfattande høyring, og forslaga har fått brei støtte. Det er viktig å ha gode prosessar rundt saker som har så sterke tradisjonar og som er forankra i Grunnlova. Dei endringsforslaga som er lagde fram, er etter SVs meining ei balansert vurdering av dei ulike omsyn ein må ta i slike saker. SV støttar forslaga. Stortinget behandler i dag to lovforslag. Det ene gjelder endringer i jordloven § 12 om delingsbestemmelsen. Det andre forslaget

og ble videreført i dagens jordlov av 1995. Forut for innføringen av delingsbestemmelsen var omfanget av fradelinger stort. Blant annet ble gårdsbruk ofte delt i forbindelse med arveoppgjør slik at søsken kunne få hver sin del av gården. Det ble derfor innført et forbud mot deling av landbrukseiendom i 1955, og det måtte dispensasjon til for å kunne dele. Den gangen hadde delingsbestemmelsen et unntak for fradeling av tomter på inntil Det viste seg imidlertid at også slike fradelinger fikk stort omfang, og at fradelingene førte til ulemper til skade for landbruksdriften. I 1965 ble det derfor vedtatt en endring slik at bestemmelsen fra da også omfattet slike tomtefradelinger. Historien har vist oss at det er nødvendig å ha kontroll med deling av landbrukseiendom. Bestemmelsen bidrar til å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for eierne i dag og i

Odelsretten skulle sikre en selveiende bondestand, og den skulle hindre oppkjøp til kirke og stormenn. Vi har ingen adel i Norge. Odelsretten har bidratt til å sikre den frie norske bonden, og den har tjent landet og folket godt. Mange har villet avskaffe odelsretten. I 1811 ble det bestemt at odelsretten bare skulle gjelde hvis den med Som en reaksjon på forordningen fikk odelsretten et eget vern da Grunnloven ble vedtatt i 1814. Grunnloven § 107 forbyr å oppheve odelsretten, men overlater til Stortinget å gi nærmere betingelser «til største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen». Dette åpner for at odelsretten kan tilpasses endringer i samfunnet. Noen ganger må man Dette skjedde f.eks. i forbindelse med framveksten av industri på begynnelsen av 1900-tallet. Den såkalte odelsfrigjøringsloven ga adgang til at odelseiendom kunne erklæres odelsfri til fordel for industrien. Et annet eksempel på at odelsloven har blitt endret for å bevare og for å utvikle, er likestillingen mellom kjønnene. Kvinner har nå samme odelsrettigheter som menn – som jo er en selvfølge. Brødres odelsrett går ikke lenger foran søstres. Dette har hatt stor betydning for kvinners muligheter i norsk landbruk. De endringer som foreslås her, er også et resultat av samfunnsendringer. Derfor er det nødvendig å oppdatere lovverket i tråd med samfunnet i dag. Gjeldende delingsbestemmelser i jordloven har stått mer eller mindre uendret fra 1955 og fram til nå. I denne perioden har landbruket og samfunnet endret seg. Jeg mener at delingsbestemmelsen i for stor grad hindrer salg av tilleggsjord og fradeling av ubebygde og bebygde tomter som kan brukes til boligformål. Forslaget til endring tar sikte på å rette på dette. Loven har i dag bestemte vilkår som må være oppfylt for å kunne samtykke til deling. Forslaget innebærer at disse vilkårene erstattes med en regel som åpner for at kommunen kan godkjenne en delingssøknad ut fra en ren skjønnsmessig vurdering. Vurderingen tar utgangspunkt i landbruksmessige hensyn og bygger på formuleringer i jordlovens formålsbestemmelse. Forslaget åpner for for praksis tilpasset lokale variasjoner. Forslaget om endringer i jordloven legger til rette for bedre tilpasninger på eiersiden i norsk landbruk. Forslagene til endringer i odelsloven er for det første en innskrenking av odelskretsen til barn og barnebarn. Det gjør det mer oversiktlig. Det andre forslaget til endring er at vi fjerner muligheten til odelsfrigjøring.

eiendom. Det mener i hvert fall vi i Fremskrittspartiet er viktig – eiendomsretten står veldig sterkt hos oss. Mitt spørsmål til statsråden er: Når vil statsråden være med på å gi den norske bonden full eiendomsrett over sin egen jord? Eiendomsretten er særdeles viktig for utviklingen av et samfunn, og trygghet rundt eiendomsretten er en forutsetning for økonomisk utvikling. Det er også en forutsetning for et levende demokrati. Derfor har vi en sterk eiendomsrett. Med en rett følger det også plikter. Men når vi skal ha en eiendomspolitikk for landbruket, er vi opptatt av at dersom vi slipper dette helt fritt, vil det være samfunnsmessig ugunstig over tid. Man må alltid veie ulike hensyn opp mot hverandre. Men den liberaliseringen vi nå gjør av jordloven, vil gjøre det lettere å selge og fradele jord, og å selge jord til dem som driver jorda. Så vi mener det er et samfunnsgagnlig prosjekt som gir frihet for den enkelte bonde, og at den endringen vi nå foretar, i sum vil tjene både bonden og samfunnet. Helt på tampen av regjeringens andre stortingsperiode ser vi

Men Senterpartiet og regjeringen har et helt praktisk forhold til jordloven. Vi må se på, og vurdere, hva vi mener er tidens krav og tidens utfordringer. Nå mente vi at tiden var moden for en endring av jordloven § 12 – å legge mer til rette for å slå sammen eiendom hvis det trengs, og å legge mer til rette for å fradele tomter for å skape utvikling. Når vi syntes at dette var nødvendig og riktig, så gjør vi den endringen – og gjennomfører den. Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i jordloven som gjør det og riktig, så gjør vi den endringen – og gjennomfører den. Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i jordloven som gjør det lettere å kjøpe tilleggsjord for aktive bønder. Det støtter Kristelig Folkeparti, men samtidig mener vi det må være nokså opplagt at den lovendringen vil føre til salg. Vi stiller oss veldig undrende til at en regjering der Senterpartiet sitter, samtidig vil fjerne muligheten til odelsfrigjøring. Så jeg lurer på om statsråden kunne bruke 1 minutt til å forklare hvordan han ser på dette fra sitt ståsted. Det gjør jeg med glede, og hvis presidenten tillater det, bruker jeg gjerne 2 også, men jeg får vel ikke tid til det. Punkt 1: Jeg håper og tror at endringen i jordloven § 12 vil håper og tror at endringen i jordloven § 12 vil føre til økt omsetning av eiendom i Norge, og vi ser det som ønskelig at flest mulig av dem som driver jorda, eier jorda. Vi legger opp til det, og vi håper og tror at dette også kan stimulere til at man kan fradele tomter som ikke vil komme i strid med andre landbruksmessige hensyn. Punkt 2 gjelder odelsfrigjøring. Vi innskrenker odelskretsen. Det er færre som har odelsrett, men de som har odelsrett, vil få styrket odelsretten sin.

utmark. Gjennom denne loven skal en skape grunnlag for næringsmessig drift av jord, skog og utmark. Det er en historisk viktig lov. Den første kom 2. april 1917, så den er altså nærmere 100 år. Loven har hatt ulike formål gjennom tidene. Loven fra 1928 hadde som formål å legge til rette for at husmannsbrukene skulle bli selvstendige og at vi skulle få Loven fra 1955 var en strukturrasjonaliseringslov, der det ble lagt til rette for å samle gårdsbruk. Det viktigste da var både delingsforbudet av eiendom og at en skulle slå sammen hele gårdsbruk. Det har lenge vært rimelig godt samsvar mellom eier og bruker. Men det er naturlig at en får mer jordleie etter hvert. Samtidig vil jeg understreke at det at det å ha jordleie, er noe positivt. Det er positivt at eldre eiere leier bort jord til yngre eiere som har større kraft til å drive større areal. Det er en del av den dynamiske utviklinga i enhver generasjon. Men når det er så stort omfang av jordleie i dag, henger det naturlig sammen med at det i dag er store gårdsbruk, som har vært drevet i nærmere 1 000 år det ser vi på navnene til gårdsbrukene – som blir lagt ned i drift, for eiers regning, fordi det ikke er økonomisk lønnsomt. Jeg vil si at det er en økende ubalanse mellom eierskap og leie av jord. Det vil fortsette så lenge du ikke har en nødvendig betaling for den planteproduksjonen som skjer på arealene. Det vil ikke være mulig å få til et bedre samsvar mellom det å eie kontra det å leie enn i dag, dersom man ikke får økt betaling for dette. Det er kjernen i det spørsmålet. Når det gjelder endringen i jordloven § 12 i dag, er den bra. Den gjør at en nå kan samle og sikre arealressursene uten å slå sammen hele gårdsbruk. Det er viktig at det skjer ved de avgjørelsene som her kommer opp til behandling, slik at man får en tjenlig og variert bruksstruktur – som det slik at man får en tjenlig og variert bruksstruktur – som det heter – og at delingen fører til en god driftsøkonomisk løsning, altså at en legger vekt på arrondering. Gjennom dette virkemiddelet kan samfunnet sikre at man ikke får transport over store avstander, man slår sammen arealer som naturlig henger sammen. Det er viktig at en får det premisset veldig tydelig inn i behandlingen av sakene, slik at en får en naturlig samling av eiendom. Det er naturlig ut fra den situasjonen vi står i i dag. Kristelig Folkeparti er

Dette har bl.a. medført at gjenværende aktører i landbruket har behov for stadig større arealer til fôrproduksjon. På grunn av de strenge bestemmelsene i jordloven § 12 har det imidlertid vært vanskelig for mange å få kjøpt tilleggsjord. Dagens lovtekst sier at fradeling av jordbruksareal bare kan gjennomføres hvis «samfunnsinteresser av stor vekt taler for det», eller deling er forsvarlig ut fra «omsynet til den avkasting eigedomen kan gi». I realiteten har disse rigide bestemmelsene gjort det tilnærmet umulig å selge jordbruksarealer som tilleggsjord til nabobruk. I områder med grovfôrbasert storfehold er derfor situasjonen mange steder at tidligere bønder som har avviklet driften, leier ut jorda til de få som fortsatt satser, og må drive i stadig større skala for å få lønnsomhet i driften. Det får i sin tur utilsiktede negative effekter: Stadig større og tyngre maskiner pakker jorda, mens tiltak for å vedlikeholde drenering og bearbeide jorda ikke blir prioritert. Resultatet blir derfor mange steder at avling per arealenhet går ned over tid. På bakgrunn av de nevnte forhold vil Kristelig Folkeparti støtte forslaget til nytt tredje ledd i jordloven § 12. Endringen vil åpne for kommunalt skjønn som skal ta utgangspunkt i hva som tjener landbrukets interesser. Det vil dreie fokus mot god arrondering og at aktive bønder kan eie jord i stedet for å leie den. I stedet for dagens forbudslinje vil vi få en kommunal praksis som favoriserer aktivt framfor passivt eierskap i landbruket, og dermed også økte incentiver til bearbeiding av dyrket mark. Vi vil derimot ta klar avstand fra regjeringens forslag til nytt fjerde ledd i jordloven § 12. Der framgår det klart at hensynet til en variert bruksstruktur i landbruket kan settes til side hvis delingen vil ivareta hensynet til bosettingen. Hvert år de siste 20 årene har det blitt bygd ned om lag 16 000 mål med matjord i Norge. I 2011 ble det omdisponert 6 000 mål dyrket mark. Sett i lys av den raske takten i tap av dyrket og dyrkbar jord i Norge, kan vi ikke støtte en lovendring som etter vår mening nærmest gir norske kommuner en blankofullmakt til å omdisponere matjord til boligformål. Vi mener at fortetting og effektiv utnyttelse av arealer som allerede er regulert til boliger, klart er å foretrekke framfor spredt bosetting på omdisponert landbruksareal. På dette grunnlaget vil Kristelig Folkeparti ikke støtte forslaget om ny § 12 fjerde ledd i jordloven.

endre en lov med så lang historie. Med fare for å ta feil tror jeg ikke vi finner noen annen lov med så lang historie. Historien til loven er det beste argumentet for å bevare den. Odelsloven er en av grunnene til at vi nettopp har det mangfoldige eierskapet som vi har i dag, som har bidratt til at vi er et ganske likestilt samfunn. Det er av det og større fellesskap i landet vårt. Så odelslovens beste argument er historien. Som god konservativ endrer man for å bevare. Så merker jeg meg at det partiet som kaller seg konservativt, ikke er konservativt i denne saken heller. Så over til jordloven og debatten om den, som er interessant å sitte og høre på. I tillegg til den dimensjonen som Per Olaf Lundteigen tok opp med tanke på økonomi, jeg mener er den vesentligste grunnen for økt leiejord, er at da min bestefar – for å ta min egen eiendom – drev gården, hadde han en bitte liten traktor, min oldefar hadde hest. Nå har man en stor traktor, og innenfor melkeproduksjonen har man melkerobot. Det har skjedd en enorm teknologisk utvikling. Det gjør at den eiendommen som var en drivverdig eiendom for 30–40 år siden, i dag ikke kan gi levebrød til en som er bonde. Derfor må man der endre, åpne opp for eiendomsendringer som er i samsvar med de endringer man ser i teknologisk utvikling. Det er det vi nå gjør i jordloven § 12. Det er én dimensjon, men en vel så viktig dimensjon er nettopp de enorme teknologiske endringene vi har sett i norsk landbruk de siste årene, teknologiske endringer som også har bidratt til en veldig effektivisering, der vi nå innenfor melkesektoren nesten ser en revolusjon på grunn av melkeroboten som er på vei inn. I tillegg til den landbrukspolitiske dimensjonen, som er veldig viktig, er det en bosettingspolitisk dimensjon i den endringen vi nå innenfor melkesektoren nesten ser en revolusjon på grunn av melkeroboten som er på vei inn. I tillegg til den landbrukspolitiske dimensjonen, som er veldig viktig, er det en bosettingspolitisk dimensjon i den endringen vi gjør nå. En av de største ressursene i norske bygder er at man har mye areal. Å bruke den ressursen til bosetting, andre typer tomter, andre måter å leve på, er av det gode. Derfor må vi også ha en jordlov som stimulerer til at det skal bli lett å fradele, lett å få en annen type tomt hvis man ønsker å bo et annet sted enn på et byggefelt eller i et boligsentrum – at man har et mangfold av muligheter for det norske folk. Jeg tenkte jeg skulle ta ordet i denne saken, jeg også. Jeg er
a i

og oppdateres, slik at den svarer på de utfordringene som samfunnsutviklingen gjør gjeldene. Eiendomslovene skal, i tillegg til å legge til rette for en effektiv og bærekraftig produksjon, legge til rette for – som statsråden nå sa – målet om spredt bosetting, selvsagt skal de det. Representanten Torgeir Dahl spør hvorfor regjeringen nå legger dette forslaget. La meg si det slik at jeg anbefaler Torgeir Dahl – hvis han ikke har gjort det – å lese Meld. St. 9 for 2011–2012. Det er mye god lærdom i den, og der er det godt begrunnet hvorfor en legger fram forslaget. Det er endringer i samfunnsutviklingen som gjør at det er nødvendig å gjøre det, og det er fornuftig slik det nå er lagt fram fra regjeringens side. Endringene i jordloven gir større lokal råderett og mulighet for skjønnsmessige avveininger ut fra lokale behov. At kommunene selv må ta stilling til bosettingshensynet skal gjøre seg gjeldende i sitt område, mener jeg er en klok og nødvendig justering av lovverket, fordi det er svært ulike problemstillinger og behov rundt omkring i landet. Både av innstillingen og av innleggene fra Høyres og Fremskrittspartiets representanter kommer det tydelig fram at disse partiene ikke anerkjenner at eiendomslovene har gitt oss et bredt og mangfoldig landbruk, som balanserer både behovene for langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning og matproduksjon og behovet for næringsmessig utnyttelse av de samme ressursene, som i sin tur igjen skal gi grunnlag for inntekter og bosetting. Eiendomslovgivningen er en forutsetning for en variert eiendomsstruktur, og dermed eiendomsretten som en mulighet for de mange, ikke en rettighet for de få. Norge har som sagt en annen eiendomsstruktur enn mange andre land, der eiendom har vært fordelt på få hender, og i større grad vært gjenstand for spekulasjon og fri omsetning. Størrelsen på bruksenhetene er relativt sett små her i landet, og det er mange eiendommer og mange eiere – en kvalitet som vi fortsatt må ta vare på. Derfor vil jeg understreke at i likhet med annet lovverk, er det nødvendig å endre og oppdatere også eiendomslovene. Men å Men å oppheve delingsforbudet under dekke av å gi grunneierne større råderett over sin eiendom, betyr i praksis at forutsetningene for matproduksjon i Norge svekkes, og at arealressursene ikke lenger kan forvaltes til samfunnets beste. Siden saken om endringer i odelsloven og endringer i jordloven debatteres samtidig, gir jeg min støtte til de endringer som er foreslått i odelsloven. Odelsloven er en privatrettslig lov i motsetning til jordloven og konsesjonsloven. Det er

det er den viktigste loven som har sikret at vi har annerledes eiendomsforhold til arealer i Norge kontra lenger sør. Det er så vesentlig at det har smittet over på vår holdning til å eie hus og leiligheter, slik at det har vært en bred forståelse for å sikre at hver eneste mann og kvinne med rimelige muligheter skal kunne skaffe seg sin egen leilighet. Det står i den samme tradisjonen.

vesentlig. Odelstradisjonen gjør at du kan investere i eiendom. Sjøl om det i dag ikke er lønnsomt, vet du at de som er odelsberettigede, under nye og bedre forhold kan få glede av dine investeringer. Du kan investere på tross av politikken, i håp om at det kommer noe bedre. Når det gjelder odelskretsen,

stramme inn odelskretsen, slik som det ble gjort. I den situasjonen vi nå er i, med stadig lengre levealder, er det svært mange som har en nær tilknytning til sine besteforeldre, gjennom den oppvekst og den opplæring som det er her, og det burde da være naturlig at de fortsatt har odelsrett. Derfor er jeg uenig i det å stramme inn odelskretsen. Når det gjelder odelsfrigjøring av eiendom som selges til tilleggsjord, § 31, har den skapt så mye konflikter og rettssaker at jeg er svært enig i at den tas bort. Det vil styrke odelsinstituttet og gjøre forholdene enklere på det punktet.

at her skulle det innskjerpes. Så gikk det noen få år, og man så et behov for å ha et bredere perspektiv i den saken. Vi støtter den utviklingen, vi støtter det nye perspektivet, på samme måten som vi allerede i 2006 så at dette ville vært et klokt og riktig grep. Sånn sett synes vi det er hyggelig at regjeringen på det punktet

Partiet Høyre ønsker å ta vekk hele odelsloven. De ønsker å redusere lønnsomheten i jordbruksarbeid. Jeg vil si det så tydelig fra denne talerstolen: Vi har ikke noe mindre verdikonservativt parti i denne sal enn Høyre. Høyre har nå dyrket den ekstreme verdiradikale retningen, og står i sin tradisjon hvor det er finanskapitalen og de som ønsker å tjene på eiendomsrett uten å bruke, som skal premieres. Jeg synes det er sterkt. Jeg kjenner mange som fortsatt tror at Høyre er et verdikonservativt parti. Men i nettopp odelsspørsmålet viser Høyre hvor de står hen, som det klareste verdiradikale partiet vi har i denne salen. I alle henseender legger en opp til at det å videreføre de tradisjoner som her ligger, på en slik måte at du skal ha inntekt av å arbeide med jord og planter, blir neglisjert. Det er sterkt å erfare, men dessverre: Der er vi i dag.

og Grunnlovens formål er en konservativ tilnærming til samfunnsstyringen, nettopp ved at endring skal skje over to perioder, at det skal være forutsigbarhet gjennom to perioder, og at det skal være to tredjedels flertall i salen. Det er en grunnleggende verdikonservativ tilnærming til hvordan et samfunn skal styres. Det skal ikke skje endringer brått og tilfeldig. Det skal være forutsigbarhet, og det skal være trygghet for folk og for land.

taletid på inntil 30 minutter. Saksordføreren kommer nok ikke til å bruke 30 minutter, president. Ombudsmannen har som vanlig levert en veldig solid rapport om arbeidet i det året som har gått. Jeg skal bare kommentere to av de områdene som er nevnt, men de områdene er til gjengjeld viktige, synes saksordføreren. Det første dreier seg om veteranene. Vi snakker altså om alle de som har vært ute i utenlandstjeneste – helt tilbake til Tysklandsbrigaden etter annen verdenskrig, gjennom våre oppdrag i Kongo, i i Tsjad, på Balkan og selvfølgelig i Afghanistan. Det er veteraner som for de flestes tilfelle har en helt grei og robust tilværelse, men for andre kan det være en del å slite med. Komiteen har registrert at veteranene har stått sentralt i nemndas daglige virke i 2012 i nok et år. Jeg har registrert at Forsvarets sanitet har gjennomført undersøkelser av det personellet som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner, noe som i hvert fall jeg finner ganske betryggende. Det er for øvrig gjort ganske mye for veteranene de siste 10–15 år. Jeg finner grunn til å understreke også det. det. Det betyr ikke at det ikke skal gjøres mer. Dette er menn og kvinner som har gjort en sterk og god innsats for Norges frihet og for det internasjonale samfunnet, for FN, for NATO, og det skal vi skal ha respekt for. Vi har sagt i innstillingen at det er viktig at veteranene ikke må vente unødig lenge på at Statens pensjonskasse skal ferdigbehandle søknadene deres. Jeg vil også vise til at tjenestemannsorganisasjonene har tatt dette opp med nemnda, og regner med at det også følges videre opp av Forsvarsdepartementet. Jeg vil for øvrig vise til at det i fjor – for omtrent ett år siden, det var vel 8. mai – i oppgangen til Stortinget ble avduket en minneplate over alle de veteraner som har gitt sitt liv i utenlandstjeneste. Det andre punktet som jeg finner grunn til å ta opp når det gjelder Ombudsmannsnemndas årsberetning, er det som jeg har tatt opp ved hver korsvei her, og det er kvinnenes situasjon i Forsvaret. I Klassekampen den 3. juni kan vi lese at kvinner mobbes ut av Forsvaret – litt sjablongmessig, naturligvis, men likevel. Mange opplever seksuell trakassering. La meg legge til at det dreier seg om alt fra direkte trakassering via slengbemerkninger til pinup-bilder på veggene i felles oppholdsrom, dette som på mange måter er en ukultur som fortsatt eksisterer i deler av Forsvaret – la meg legge til det. Det er også slik at man fortsatt sliter med en machokultur, og at det er problemer med fysiske rammebetingelser, altså fasiliteter for jenter. Alle disse tingene tatt i betraktning, sier likevel nemnda at de jentene som gjennomfører førstegangstjeneste, de jentene som gjennomfører førstegangstjeneste, opplever arbeidsoppgavene som meningsfylte, ja faktisk mer meningsfylte enn det gutta gjør – fortsatt ifølge nemnda. Kvinnene mener også i høyere grad enn menn at kompetansen tillært i Forsvaret i denne perioden da de har vært inne til førstegangstjeneste, kan være til nytte etter endt tjeneste. La meg legge til at Forsvaret trenger også kompetansen til flinke jenter, og da må man være villig til å se på både kultur, fasiliteter og andre rammebetingelser for at jentene kan være i Forsvaret. Det opplever jeg kanskje er en av de utfordringene som nå fortsatt ligger foran oss. Vi har hatt sesjonsplikt for jenter en stund. Vi har opplevd at det nesten er like mange jenter som kommer inn i Forsvaret, som går ut – det gjelder også befal – det gjelder også befal – og at det kan tilskrives noe av denne kulturen som det har vært vanskelig å få bukt med i Forsvaret. Vi har hatt sesjonsplikt og kommer også til å få verneplikt som er kjønnsnøytral. FNs resolusjon 1325, om kvinner, fred og sikkerhet, omhandler ikke bare vold mot kvinner i krig og at kvinner men resolusjonen påbyr også medlemslandene å få kvinner inn i medlemslandenes nasjonale forsvar, bl.a. fordi i FN-oppdrag og i andre internasjonale operasjoner er det bare kvinnelig befal som kan snakke med kvinnene, bistå kvinner i flyktningleirene i Tsjad, følge jenter til skolen i Afghanistan – og det er ikke bare de to landene vi snakker om. Jeg vil vise til at det er andre deler av verden som også står for tur, hvor en også kan finne deler av en slik kultur og religion. Så synes jeg at når jentene synes de får mye ut av Forsvaret, er det også viktig at høyere kvinneandel samtidig er et middel for å kunne levere bedre kvalitet. Hvis Forsvaret kan velge likt blant jenter og gutter når det gjelder verneplikt, vil vi mye bedre kunne sikre Forsvaret nødvendig og relevant kompetanse. Vi har i dag et innsatsforsvar som stiller store krav til hvem som går inn i organisasjonen, og her er det jevnt fordelt mellom de to kjønnene. Jeg tror også at når vi innfører – det er ikke så veldig mange dager til det blir vedtatt, så vidt jeg vet – en kjønnsnøytral verneplikt, kan også det skje at Forsvaret, som jo skal forsvare norske verdier, også etter hvert vil gjenspeile de samme verdiene i sin kultur. Det er det i grunnen bare flere jenter – eller en større kvinneandel – i Forsvaret som kan få til, og som kan sikre et bedre arbeidsmiljø og bedre Jeg har i grunnen registrert at motstanden mot kvinnelig verneplikt har stilnet, bortsett fra hos dem som mener at det ikke engang er plass til alle guttene, for da trenger vi i hvert fall ikke jentene. Jeg vil da spørre om noen ville brukt det argumentet når det gjelder aksjeselskaper, at fordi det er så mange menn som vil inn, trenger vi ikke kvinner. Dermed er vel egentlig den debatten over. Likestilling handler om rettigheter og plikter,

Det vil visa seg at det er to saker der det er ei lita ueinigheit. Den eine vil nok komitéleiaren koma tilbake til, og det gjeld klagefrist. Det andre er det forslaget som Høgre ikkje er med på, og som går på særskilde meldingar. Grunnen til at komiteen vil ha særskilde meldingar, er bl.a. at EOS-utvalet har dette. Det gjev ei moglegheit for å reisa spesielle saker dersom ein vil at Stortinget skal diskutera det. Dessutan kom det òg veldig klart fram på 50-årsjubileet til sivilombodet at det er behov for å gjera sivilombodet meir kjent i Noreg. Men det er stadig vekk ein auke i talet på klager til sivilombodet, så det burde ikkje vera nødvendig å gjera det meir kjent når det er så mange som klagar – og talet på klager berre Komiteen er eintydig og ønskjer å vera veldig klar på at dei som har behov for å få vurdert gyldigheita av eit forvaltingsvedtak av ein uhilda institusjon og uavhengig instans, skal få det. Det er jo der sivilombodet speler ei rolle for oss, som er

Nav må skjerpa seg. Dei må forbetra seg, og dei må ta moglegheitene i bruk for å bli endå betre når det gjeld den kritikken som stadig vekk kjem frå enkeltpersonar, men òg frå Riksrevisjonen. Så er komiteen veldig klar på – og det er òg veldig bra – at dersom sivilombodet anbefaler nokon å gå til sak, er det sånn at dei skal vera sikre på at dei ikkje må dekkja sakskostnadene sjølve. Dette skal regjeringa vera tydeleg på. Men i at dei skal vera sikre på at dei ikkje må dekkja sakskostnadene sjølve. Dette skal regjeringa vera tydeleg på. Men i dag er ein samla komité tydeleg på at det er tilfellet, staten skal dekkja rekninga dersom sivilombodet ønskjer å gå til sak. Så støttar komiteen det eine forslaget frå Framstegspartiet som går på at ein kan opptre som partshjelpar i rettssaker.

gjennom dette forslaget frå Framstegspartiet. Så er komiteen inne på ei problemstilling som eg trur sivilombodet grublar mykje på, og det er korleis ein skal unngå å bruka tid på grunnlause saker stadig vekk. Er det mogleg å luka ut saker som ein ikkje nødvendigvis skal bruka så mykje tid på – det er komiteen oppteken av – sånn at ein verkeleg kan bruka tid på viktige saker, kanskje spesielt no når ein får moglegheit til å koma med spesielle meldingar, og då setja fokus på eit større område som er interessant for parlamentet å diskutera. Det er ei nyheit som ein skal vedta i form av lov seinare, som gjeld tortur og regjeringas ratifisering av FNs tilleggsprotokoll mot tortur og regjeringas ratifisering av FNs tilleggsprotokoll mot tortur og annan brutal umenneskeleg behandling. Det gjev sivilombodet mange andre arbeidsområde, f.eks. det å oppsøkja lukka institusjonar, fengsel, lukka asylmottak og andre med direkte inspeksjon og sjå til at Noreg

Me ønskjer å vera tydelege på at det er eit viktig demokratisk element me har gjennom sivilombodet. Eg er fornøgd med å kunna konstatera at det er eit godt arbeid som blir gjort, men at me no gjev nye moglegheiter både for at folk skal bli kjende med sivilombodet, og at ein skal få fleire til å bruka det i det demokratiske Noreg. Det er, som det framgår, i all hovedsak en enstemmig innstilling som Stortinget inviteres til å behandle på dette punktet i dag. Saksordføreren har jo gitt uttrykk for alle de hovedsynspunkter som kommer fram i innstillingen, og jeg slutter meg til det. Bare noen tilleggsbetraktninger fra min side, slik som jeg ser det: Sivilombudsmannen som embete og sivilombudsmannen personlig, som også er til stede, som saksordføreren sa, skal vite at Stortinget setter veldig pris på det som hans embete gjør. Stortinget har disse tre organene, Riksrevisjonen, EOS og Sivilombudsmannen, som sine redskaper overfor forvaltningen. Sivilombudsmannens arbeid vil jeg karakterisere som særdeles viktig fordi det ivaretar enkeltmenneskets rolle. Jeg tror det er riktig å si at på grunn av Sivilombudsmannens profil, ordning og gjerning slipper vi veldig mange saker i domstolene. Det er veldig bra at det kan løses på annen måte enn at enkeltinnbyggere er nødt til å gå til domstolene for å få avklart sine saker. Det hender fortsatt selvfølgelig, men det er grunn til å understreke, slik som en samlet komité gjør, at Sivilombudsmannens embete fyller en viktig rolle med tanke på samfunnets og innbyggernes rettssikkerhet. Så er det et stigende antall som klager. er det ikke noen grunn til å bekymre seg over, slik som saksordføreren også har sagt. Jeg vil tvert imot si at det er bra. Det er bra at befolkningen er seg sine rettigheter bevisst, at de tar opp sin tvil og sine klager med Sivilombudsmannen på en relevant måte, slik at vi får fram tydelig de skavanker og vanskeligheter forvaltningen. Selv om det allerede er sagt fra saksordførerens side, har jeg lyst til å understreke at det er noen som igjen fra Stortingets talerstol må få beskjed om å skjerpe seg, og det gjelder særlig Nav. Det er helt åpenbart at vi er i den situasjonen at der er det fortsatt ganske mye å gå på, slik som i hvert fall jeg leser det hele. Derfor understreker jeg det her også. Det er jo den regjeringen som jeg representerer her i dette hus, som selvfølgelig har etablert Nav-ordningen. Vi sitter med det såkalte parlamentariske ansvaret, men dog er det slik at dette også handler om den faktiske håndteringen av det enkelte menneske i systemet. Det påpeker Sivilombudsmannen på en god måte og håndterer de sakene. Det er bra at han gjør det, og jeg understreker det på min måte. Det ble vel kanskje også sagt fra saksordførerens side, men i alt dette er det nødvendig å få sagt at forvaltningen jo er bra. Den norske forvaltningen er bra. Det er ikke slik at vi sitter med en forvaltning som vi kan karakterisere som en utfordring for Stortinget, det er tvert imot. Det kommer også tydelig fram i Sivilombudsmannens beretning til oss at vi alt i alt har en god forvaltning som ivaretar enkeltmenneskets rettssikkerhet rettssikkerhet og tarv, for å bruke slike ord. Det er godt å lese, og det er grunn til å stole på det når det ble skrevet på den måten som det ble skrevet. Det siste som jeg vil kommentere, er denne uenigheten knyttet til lovforslaget. Der vil jeg bare gi uttrykk for at jeg er enig i det som saksordføreren sa. Jeg vil bare legge til det argumentet, slik at det også er sagt herfra, at tanken er selvfølgelig å styrke Sivilombudsmannens posisjon, si at jo flere slike saker vi får, jo bedre er det, men jeg vil herfra si at det er bra hvis det kommer slike saker som kan være merkesaker og det jeg vil kalle for signalsaker,

av forslag rundt Sivilombudsmannen, som jeg tror er veldig bra, ikke minst tatt i betraktning at denne komiteen ved flere anledninger har vært veldig opptatt av at den skal bidra til å synliggjøre det viktige arbeidet Sivilombudsmannen gjør, på en enda bedre måte. Jeg vil også takke komiteen, ikke bare for velvilje til å finne løsninger underveis i disse prosessene, men også fordi komiteen – i all hovedsak – ved to anledninger har samlet seg om viktige forslag for å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen. Jeg skal gjøre dette innlegget relativt kort. Når det gjelder Sivilombudsmannens årsmelding, deler Fremskrittspartiet i all hovedsak det syn som saksordføreren på en utmerket måte ga uttrykk for fra talerstolen – med ett unntak. Det unntaket er saksordførerens gjennomgående feilbetegnelse på Sivilombudsmannen, hvor han konsekvent sier «sivilombodet». Saksordføreren er selvfølgelig godt kjent med at det ikke er noe som heter

å se når det er grunnlag for å sende en særskilt melding til Stortinget. Det kan også bidra til å øke oppmerksomheten rundt Sivilombudsmannens viktige arbeid. Det senker terskelen, og det samsvarer godt med utviklingen av bruken av særskilte meldinger fra bl.a. EOS-utvalget. Så en kort tur innom Dokument 8:122 S, et representantforslag hvor Fremskrittspartiet har foreslått å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen ved å gjennomføre to grep. Det ene er å sikre at staten ikke krever saksomkostninger dekket i tilfeller hvor Sivilombudsmannen anbefaler søksmål, og hvor klager taper, og det andre er å sikre Sivilombudsmannen mulighet til å opptre som hjelpeintervenient ved slikt søksmål. Vi er veldig glad for at hele Stortinget slutter opp om begge disse forslagene – det ene riktignok gjennom en enstemmig merknad og det andre gjennom et konkret vedtak. Det vil være en vesentlig styrking av klagers rettigheter i de saker hvor søksmål anbefales. Det vil også sette Sivilombudsmannen i stand til å følge slike saker helt til rettskraftig dom er at Stortinget nå enstemmig i merknads form ber regjeringen om å iverksette den praksis at det skal ettergis idømte saksomkostninger i saker hvor Sivilombudsmannen anbefaler søksmål. Det skrev komiteen enstemmig også i forbindelse med årsmeldingen for 2009, men endringen er fortsatt ikke gjennomført. Det har ført til at en enstemmig komité også kritiserer regjeringen for ikke å endringen. Jeg vil gjerne ha statsrådens forsikring fra denne talerstol både om at endringen vil bli gjennomført så raskt så mulig, og helst også en antydning om et tidspunkt for når endringen kan tre i kraft. Det er ikke holdbart at en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité gir en klar melding til regjeringen som er ignorert siden årsmeldingen for 2009 Til sist vil jeg kort kommentere bakgrunnen for forslaget om å utvide klagefristen til saker til Sivilombudsmannen. Det er et av de forslagene vi er blitt stående alene om. Bakgrunnen for forslaget er rett og slett at mange etter en lang, hard, tøff og meget psykisk krevende kamp mot forvaltningen ikke føler at de har kraft nok til å ta saken videre, fordi kampen mot det uslåelige byråkratiet kan fremstå som tilnærmet umulig å vinne. De det gjelder,

og det er heller ikke tilstrekkelig at Sivilombudsmannen ved helt spesielle tilfeller kan ta klagen til behandling på tross av at foreldelsesfristen er inntruffet. Det skjer i svært få saker. Samlet sett har jeg imidlertid lyst til å understreke at dette er en bra dag for landets borgere. Sivilombudsmannordningen forsterkes på viktige punkter, og Fremskrittspartiet er veldig godt fornøyd med det gjennomslaget vi har gjennom Stortingets behandling nå. Til slutt skal jeg ta opp forslaget fra Fremskrittspartiet om utvidet klagefrist for klager til Sivilombudsmannen. Representanten Anders Anundsen har tatt opp det forslaget han refererte til – forslaget i sak nr. 16.

sentrale oppgave, er å bistå folk, mange ganger folk som ikke kan føre saker, fordi en ikke har tilstrekkelig økonomisk evne til å sikre sine interesser. Derfor er det vesentlig at Sivilombudsmannen opptrer på en slik måte at en har et våkent blikk på dem som kanskje i mange tilfeller kan karakteriseres som svakere med hensyn til å hevde sine interesser.

sa der i sin høringsuttalelse at det er «en avgjørende forutsetning for en eventuell lovendring at den enkelte borger gis tilstrekkelig og individuell informasjon om ordningen, herunder hva som anses å erstatte et samtykke til kun å motta informasjon elektronisk fra det offentlige og hvordan man kan reservere seg mot en slik ordning». Det er vesentlig det som Sivilombudsmannen sier, at en gjennom denne endringen av forvaltningsloven ikke skal komme dårligere ut enn i dag. Det andre er avsnittet som går på Sivilombudsmannen og språket. Sivilombudsmannen er en leder på sitt område, og vi vet at målloven, som regulerer forholdet mellom nynorsk og bokmål, ikke gjelder for Sivilombudsmannen. Det er da veldig gledelig at Sivilombudsmannen likevel ser det som rett og viktig å følge lovens bestemmelse. Det er svært bra at Sivilombudsmannen viser den holdningen til begge våre norske mål. Jeg fikk et direkte spørsmål fra komiteens leder som jeg synes det er riktig og

og behandler henvendelser fra innbyggerne i tråd med gjeldende retningslinjer. Så gir likevel årsmeldingen forvaltningen nyttige påminnelser om at det er rom for forbedringer. Det gjelder både ved at systemet kan bedres, og ved at enkeltsaker kunne og burde vært håndtert på en annen måte. Ved at ombudsmannen har hele forvaltningen som sitt virke og et bredt tilfang av enkeltsaker,

dekkes etter rettshjelploven når ombudsmannen har anbefalt søksmål. Tilbake i 2011: På bakgrunn av at Stortinget tidligere hadde understreket at staten skal dekke en parts idømte sakskostnader til motparten i saker der ombudsmannen har anbefalt søksmål har denne saken av ulike årsaker ikke hatt den oppfølging fra departementet den burde hatt. Det gjorde også at da Stortinget våren 2012 behandlet årsmeldingen fra Sivilombudsmannen for 2011, ba komiteen ombudsmannen om å foreslå eventuelle tiltak på dette området. Vi mottok da i februar i år ombudsmannens forslag. Han ber departementet overveie en tilføyelse i rundskrivet om fri rettshjelp der det framgår at motpartens sakskostnader skal dekkes etter rettshjelploven i saker hvor søksmål er anbefalt av ombudsmannen. Departementet har ombudsmannens forslag til behandling, og han er orientert om at vi tar sikte på å treffe en beslutning før sommeren, slik at nye retningslinjer i saker der ombudsmannen har anbefalt søksmål, kan tre i kraft etter sommeren. En privat part har krav på fri sakførsel etter en særlig bestemmelse i rettshjelploven i saker der Sivilombudsmannen har anbefalt søksmål. Etter rettshjelploven omfatter en bevilgning til fri sakførsel både og i svært stor utstrekning også sideutgifter for domstolen. Da bør denne saken være løst på en god måte i løpet av kort tid. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 13, 14, 15 og 16. Vi er nå klare til å gå til votering. Presidenten foreslår at utenriksministerens redegjørelse i

dele. Jeg har vært i kontakt med

skal ikke si

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 2 og 3, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre Forslagene nr. 2 og 3 er omdelt på representantenes plasser i salen. Det voteres over forslag nr. 3, fra Venstre.

innstillingen. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre

innstillingen. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i